Jeg har på vegne av representantene Terje Breivik, Pål Farstad og meg selv æren av å fremme representantforslag om innføring